Korleis vil statsråden no, med den tilknytinga alle har til to produksjonsområde utan krav til vidareforedling, sikra vidareforedling og arbeidsplassar langs kysten? Foredlingskravet ligger fast i forhold til det som er sagt tidligere, men utgangspunktet mitt har hele tiden vært å gi fleksibilitet også for dem som ikke kan benytte seg av det interregionale biomasseuttaket. Det gjelder altså de små og Og jeg trodde, med all respekt, at Stortinget var opptatt av at de små og mellomstore oppdretterne også skulle få forhold som gjorde det mulig når man skulle inndele i produksjonsområder. Nå blir det mulig for de små å flekse mellom et område på begge sider, altså to, mens de som har foredlingskrav, kanskje kan få lov til å ha fleksibilitet utover to produksjonsområder. Min oppfordring er selvfølgelig, og vi ser det også, at de små og mellomstore ser på ulike samarbeidsformer for å skaffe til veie og kanskje legge til rette for betydelig mer foredling. Vi er i alle fall helt enige om og opptatt av alle sammen, at det å foredle i mye større grad hjemme, er noe vi skal legge til rette for. Eg er oppteken av at vi går frå ord til handling. Spørsmålet var: Korleis vil statsråden Så har eg eit anna spørsmål som går på dette med branngater når ein er knytt til to produksjonsområde. Kvifor har Framstegsparti-statsråden gått bort frå det heilt klare forslaget frå den tidlegare Høgre-statsråden Vik Aspaker om at alle konsesjonar berre skulle knytast til eitt produksjonsområde? Dette har ein samla komité òg støtta. Korleis skal ein oppretthalda produksjonsområdas funksjon som buffer eller branngate alle er knytte til to område? Nå har jeg svart på dette med fleksibiliteten, som jeg mener er uhyre viktig for at vi skal ha et mangfold av selskaper som driver med oppdrett. Og jeg har sagt at vi alle sammen er enige om at vi skal legge til rette for mest mulig foredling hjemme. Når det gjelder branngater, eller buffersoner, er det kanskje ikke så enkelt som man i utgangspunktet tenker seg, for EØS-avtalen forutsetter fri bevegelse av varer og tjenester. Levende fisk og brønnbåter omfattes av dette. Hovedregelen er derfor at levende fisk uten klinisk tegn til sykdom skal kunne transporteres og omsettes fritt – gitt at kjent helsestatus ikke utgjør en trussel for helsestatusen på mottakerstedet. Tilsvarende kan heller ikke myndighetene forby en brønnbåt å ta oppdrag på Vestlandet og i Så lenge det er tillatt å flytte fisk, og aktørene utnytter denne muligheten, vil en heller ikke kunne få effektive branngater og buffersoner, for fleksibiliteten og lovverket sier at man kan gå utenfor disse buffersonene uansett. Myndighetenes minimumskrav er imidlertid ikke til hinder for at næringsutøverne selv kan gjøre dette. Eg skjønar at eg ikkje vil få svar på korleis statsråden konkret har tenkt å leggja til rette for så eg går over på eit anna tema. Eg vil snakka litt om at ein har gått frå om lag 40 båtar med utanlandsk eigarskap til rundt 118 båtar med utanlandsk eigarskap no. Det gjeld båtar under 15 meter. Det er med andre ord over ei dobling. Kva tiltak vil statsråden gjera for å få klarheit i kva denne formidable fasit har man ikke på det, men man kan kanskje tenke seg at når man utvider EU, slik Arbeiderpartiet var med på, med mange nye land, blir det flere land, og det blir flere innbyggere, som har en mulighet til å fiske i Norge. Det burde man man ukritisk lot EU utvide seg på denne måten og lot enda flere EU-borgere få mulighet til både å fiske og annet i Norge. Jeg ser noen påstår at jeg er ubekymret i forhold til dette. Nei, det er jeg ikke. Problemstillingen er at skal man drive med fiske i Norge, og når vi har et nasjonalitetskrav, skal man bo i Norge,

det. Eg trur det var fleire som blei litt overraska over responsen til statsråden på stortingsfleirtalets vedtak om at Fiskarlagets modell skal implementerast. Statsråden sa, så vidt eg forstår, at dette må sendast ut på høyring. Dette er

Anmodningsforslaget var i dette tilfellet at Stortinget ba meg vurdere, og hver eneste dag har jeg vurdert hvordan situasjonen har vært. Det er altså et parti som var med i denne flertallsinnstillingen, som mente at jeg skulle følge opp dette og gjøre endringer hvis det ble dramatiske forflytninger. Det har det altså ikke blitt. Det er nesten sånn at en ikke kan se noen endring før og etter instruksen.

flere. Da kan det være nødvendig at Fiskarlaget også må gå inn og se på de utfordringene som er, og konsekvensene som kan komme i kjølvannet av å endre instruksen nå. «Dramatisk» er det ingen som har sagt i denne salen. Det som står i vedtaket – når vi snakkar om endringar – er vesentlege endringar. Det er ikkje statsråden som skal vurdere vesentlege endringar. Det er til kvar tid Stortinget som skal vurdere sine eigne vedtak og om om regjeringa følgjer dei opp eller ikkje. I dette tilfellet meiner Stortinget at det var vesentlege endringar og sette ned foten. Statsråden har heller ikkje kompetanse eller myndigheit til å overprøve Stortinget og sende ting på høyring når Stortinget har sagt at der skal skapet stå. Eg vil spørje ein gong til: På kva for eit konstitusjonelt grunnlag kan statsråden

og det tar jeg som en støtte for at man vil ha en prosess for å se på hvilke konsekvenser dette kan ha for dem som er inne i ulike prosesser og har forberedt seg ut fra instruksen sånn den foreligger. Jeg mener helt ærlig at det kanskje også burde være til det beste for alle politikere og politiske at man får lagt til grunn hva konsekvensene vil være for alle dem som er inne i prosesser, som har hatt store investeringer, og som har planlagt. Så skal man stoppe dem. Jeg tror det vil få noen konsekvenser som heller ikke representanten fra SV ønsker

spørsmål om regjeringa Solberg er kritisk til EU-utvidinga, og om statsråden og regjeringa òg er kritiske til ei vidare utviding av EU, når ein ser på dei konsekvensane det vil få for fiskeria. Svaret mitt gjaldt hva jeg tror kan være årsaken. Og jeg sier at det ikke finnes noen fasit. Men det er lett å tenke seg at hvis flere får adgang til å fiske i Norge gjennom at flere land blir medlemmer i EU, og dermed har en EØS-avtale og på den måten kan unngå deltakerloven, er det naturlig at flere kommer inn. Økningen kom fra 2009 og fram til i dag – da har det doblet seg. Men før det har det vært veldig stabilt. Det har gått veldig opp og ned, faktisk. Det har vært under 30, og det har vært over 30. Så det var mitt svar. Det kan tenkes at det er en av årsakene, men det er ikke en fasit. altså under de rød-grønnes regjeringsperiode. Det har jeg ikke svaret på. Det finnes ingen fasit på det, men én av årsakene er at hvis flere får tilgang til kaka, vil også flere forsyne seg av kaka. Dermed er replikkordskiftet omme.

som både enkelte politikarar og næringa sjølv ofte gjer, at det var verre før. Målet må vera ein nullvisjon for rømming og verkemiddel som gjer at det vert ein realitet. Så vil eg òg knyta nokre kommentarar til den såkalla instruksen og det som har vore sagt om han: Eg reagerer òg på måten statsråden ordlegg seg om denne saka. Eg var overraska sist statsråden valde å sjå vekk frå den klare føringa frå Stortinget i saka, og eg registrerer at statsråden òg no ser vekk frå formuleringa om at han skal implementerast ved første anledning. Det er som statsråden sjølv sa: Her er det snakk om forvaltningspraksis. Det stiller lågare krav til kva for demokratiske prosessar som skal køyrast før ein sånn instruks kan gjevast. Eg opplever at me har ein fiskeriminister som snakkar veldig mykje, men som ikkje har den tilsvarande evna til å lytta til dei klare føringane som Stortinget legg. Og det går ikkje an

følgjer opp ein så klar merknad så snart som råd er, og ikkje finn alle tenkjelege måtar å trenera denne saka ytterlegare på. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

osv. Ingen her har noka oversikt over kva statsråden har i tankane om kva slags type prosess han har tenkt å setje i gang, men alle her veit kva det vedtaket inneber, i alle fall dei som står bak vedtaket. Det skal sjølvsagt ikkje ha nokon tilbakeverkande kraft, som representanten Grimstad er redd for – tilbakeverkande kraft for dei som allereie har gjennomført ein prosess i samband med den instruksen som i si tid innførte. Men at denne instruksen no skal endrast – jf. modellen frå Fiskarlaget – ved første anledning, altså snarast, er det som er forslag til vedtak i dag. Det er Stortinget si meining. Da er det ikkje noka anledning for regjeringa til å tolke eller forstå dette på ein heilt annan måte, og ikkje minst er det i alle fall ikkje noka anledning for regjeringa å gjere noko heilt anna enn det som Stortinget vedtar. Eg vil igjen vise til kontroll- og konstitusjonskomiteen og sist gang Stortinget behandla spørsmålet om korleis ein skal forstå «oppmodingsvedtak», altså vedtak som er fatta av eit fleirtal på Stortinget: Oppmodingsvedtak er å forstå som instruksar til regjeringa, blir det sagt frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og i ein eigen rettleiar frå regjeringa rettleiar frå regjeringa om korleis ein skal gå fram i høve til Stortinget, som kan nyttast fritt på regjeringen.no, står det å lese at fleirtalsvedtak på Stortinget, altså oppmodingsvedtak, skal regjeringa gjennomføre så raskt som mogleg. Altså: Det er ikkje noka moglegheit til å vente med å gjennomføre det. Det er heller ikkje moglegheit til å lage prosessar rundt det som skal utvatne det. Her skal ein berre følgje vedtaket frå Stortinget. Viss det viser seg at statsråden – i strid med dei retningslinjer for praksis som er nedfelte i Stortinget, og i strid med alle dei vedtaka som er fatta i Stortinget – ikkje held seg til dette, står vi i ein ganske alvorleg og ganske annan situasjon enn det som er utgangspunktet for denne saka. Eg vil be statsråden kome opp og klargjere sitt standpunkt på dette, slik at dette blir klart her

kan føre til lavere produktivitet og redusert høstbart overskudd av villaks, og at de opprinnelige bestandene kan gå tapt ved langvarig og sterk påvirkning. Det er alvorlig. Med all respekt: Dette fikk utvikle seg på de rød-grønnes vakt. Derfor er jeg glad for at denne regjeringen har trappet opp kampen mot rømming. rømming. Så har jeg lyst å understreke at Høyre naturligvis vil stille miljøkrav til oppdrettsnæringen. Men det vi ikke vil, er å la dem kjøpe seg ut av rømmingsproblematikken. Vi må stille krav som virkelig gir beskyttelse til villaksen. 1 mill. kr i bot vil ikke redde verken laksestammer. Heldigvis jobber næringen selv mot det samme målet som oss politikere, nemlig en nullvisjon for rømming. Det gjøres mye forskning og undersøkelser om hvor oppdrettslaksen tar veien hvis den – mot formodning – skulle komme seg ut av merden. I forrige uke var det tre oppdrettsselskaper i Alta som gikk sammen med Akvaplan-niva og slapp ut 50 sporingsmerkede laks,

og det er klart at med eit så stort tal utanlandske borgarar der slett ikkje alle vel å bli norske statsborgarar, men likevel kan vere fiskarar, har det blitt eit problem at dei no tar ein tradisjonell norsk levemåte og inntektsmåte. Eg må seie at eg blir berre forundra over at dette er eit problem, og dei som skaper problem av det, det er nettopp dei når det gjeld å seie ja til at vi skal bli fleirkulturelle. Men eg er einig i det statsråden seier. Ein skal bu i Noreg, og det må sjekkast jamleg. Så til instruksen: Her begynner ein nærmast å piske på plass ei ordning der nokre har gjort investeringar og har tatt omsyn til instruksen slik han ligg føre etter førre vedtak i komiteen, og etter at statsråden gjorde instruksen sin gjeldande. Så har dei handtert dette deretter og gjort investeringar, betydelege investeringar, vi har ungdomar som er i næringa og har satsa på det sidan dei gjekk ut av ungdomsskulen – no skal altså desse på plass. plass. Representanten frå SV seier at nei, det er klart at dei som har gjennomført prosessen eller er i prosess, ikkje skal rammast. Altså, korleis tolkar ein «er i prosess», eller er det dei som har gjennomført? Korleis skal ein handtere dette viss ein ikkje er villig til å seie at her må vi i alle fall bruke fornuftig tid, eller at vi lèt det gå ut på høyring og lèt dei få bidra med synspunkt, dei få bidra med synspunkt, dei som dette gjeld – inkludert fiskeriorganisasjonane? Det ville vere den fornuftige måten og den pragmatiske og gode løysinga på ei sak som vi er i ferd med å lage eit problem av no, som ikkje er eit problem. Eg må seie at eg forventar og ventar – eg ser at Venstre også skal på talarstolen og halde eit innlegg no. Høgre er veldig tydeleg. Framstegspartiet er veldig tydeleg. Så det er eit politisk fleirtal for at dette må sjåast på på ein pragmatisk måte, og eg vil håpe og tru at også Venstre – og for så vidt også andre parti – vil sjå på dette på ein måte som er tenleg for næringa og enkeltpersonar i

som gjør at rettssikkerheten i hvert fall blir ivaretatt for den enkelte. Så vil jeg også legge til at jeg kjenner meg trygg på at rådet fra Norges Fiskarlag er godt gjennomtenkt, og vil også peke på – siden det har vært nevnt her at det er flere organisasjoner som har kommet med er den eneste organisasjonen som favner hele spekteret av fiskebåtstørrelser eller flåtegrupper. Så det er ikke helt unaturlig å legge litt ekstra vekt på det som kommer derfra. Det vart litt underleg å høyra når Framstegspartiet ved Oskar J. Grimstad viser til at det er

Justering av instruks – det er innført klare køyrereglar, og det er bra. Òg det med likebehandling ved innføring av instruksen, som ikkje nokon har teke opp her i dag, det var bra. Det absolutte skottet som vart 11 meter og nedover, det var bra. Men så til det som ikkje var fullt så bra: Eg vil minna om at Fiskebåt faktisk er ein

eller vil gjera greie for årsaka til at det faktisk har skjedd ei dobling av talet på utanlandske båteigarar. Det vert òg vist til at ein ikkje ønskjer å sjå på det som vi tidlegare raud-grøne ber om, nemleg ei justering ned til 11 meter frå 15 meter. Det er på sin plass å spørja korleis statsråden ser på komitémerknader og fleirtalsmerknader. fleirtalsmerknader. Eg vil presisera det representanten Pollestad sa: Stortinget er ikkje eit rådgjevande organ for regjeringa. Regjeringa skal oppfylla det Stortinget seier, og så skal sjølvsagt rettssikkerheita varetakast, akkurat slik representanten Farstad gjorde godt greie for her. Så vil eg heilt til slutt knyta noko til utvidinga av EU som vart gjeven som eit alternativ eller eit forslag til svar på replikken min. Det er jo stort sett som eig båtane, og så vidt eg veit, er ikkje dei medlem i EU eingong, og har i alle fall ingenting med utviding av EU å gjera. Dei islendingane som f.eks. er i Mehamn, er heilt OK; dei bur der. Men kva vert gjort med postkasseselskapa som er der? Det er dei vi vil til livs, ikkje dei som faktisk bur der. Først må jeg svare ferdig på spørsmålet fra replikkrunden – jeg tror også jeg har svart på det

produksjonsområder. Så det vil alltid være en fordel med fleksibilitet for dem som er pålagt foredling. Jeg er veldig glad for at både Kristelig Folkeparti og Venstre, i hvert fall, er blant de partiene som forstår at man må ha noen prosesser her for å sikre en reversering av instruksen. At Arbeiderpartiet og SV ikke har ønsket å ta hensyn til disse små aktørene som ønsker å bygge seg opp og skaffe arbeidsplasser – og ikke minst økonomisk sikkerhet og sikre arbeidsplasser – er også overraskende. For hva er en prosess? Hva er en prosess? Det er derfor jeg ber om det, det vil være nødvendig nå å få innspill fra næringens organisasjoner – også Fiskarlaget, faktisk – om tilfeller som kan være aktuelle eller uaktuelle for overgangsregler, og hvilke overgangsregler det eventuelt måtte være. Eksempler på dette kan være aktører som allerede har signert kontrakt om nytt fartøy – svære investeringer – eller det kan være dem som har investert eller gjort andre grep med tanke på kjøp av nytt fartøy, eller dem som har brukt tid og ressurser på interne overveielser og strukturendringer, med ulike planer, ikke bare med bakgrunn i instruksen, men også med bakgrunn i enstemmighet i næringskomiteen og flertallsvedtak som har sagt at man ønsker fleksibilitet og at man får større frihet til fartøyutforming. Det er sagt, og aktørene der ute har tatt det inn over seg. Jeg sier heller ikke at Fiskebåt har noe krav – det har jeg ikke sagt. Fiskebåt sier imidlertid at rederier som allerede har gjennomført splitting av kvoter og utskifting av fartøy i henhold til instruksen, vil klart nok være vernet mot en eventuell innstramning – og dette er en betydelig innstramming. Men det er ikke en innstramning som vil ha noen praktisk betydning framover, for det er ikke noen større endringer nå med denne instruksen enn det var før instruksen, bare det at da var det dispensasjon og ulik skjønnsvurdering fra sak til sak. Det var like mange tilfeller før som det er nå. Men jeg er glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre gir en tilslutning til at man får prosesser som sikrer rettssikkerheten, og at man i hvert fall sikrer dem som har forberedt seg på denne instruksen sånn som

bør departementet i forbindelse med oppfølgingen av vedtaket redegjøre for hvordan det har forstått vedtaket.» Det er heilt openbert her – og det er ingen som har kravd at dette skal skje utan at ein skal bruke ein viss grad av skjønn, det er det ikkje – at vedtaket står slik det står skrive, og at det er ein instruksjon frå Stortinget. Ministeren heidrar veldig ofte Stortinget – det er på Stortinget demokratiet er, det det er på Stortinget demokratiet er, det er Stortinget som skal styre politikken. Det er jo heilt riktig. Det skal ikkje vere nokon tvil rundt det. Sidan det ikkje er noko grunnlag for regjeringa sin modell, regjeringa sin instruks – det finst ikkje eit grunnlag på Stortinget som støttar opp om han – og det no kjem eit vedtak om at ein skal implementere Fiskarlagets modell, som det er stor oppslutning omkring på Stortinget, så snart som mogleg. Da må ein sjølvsagt ta visse omsyn. Men det skal skje så raskt som mogleg. Det skal ikkje vere ei moglegheit her for ministeren til å drive ein lang prosess og høyringsprosessar – då undergrev ein vedtaket frå Stortinget. Så her går fiskeriministeren – kanskje ikkje overraskande – på ein veldig tynn knivsegg mellom kva han har demokratisk grunnlag for å gjere, og kva han ikkje har demokratisk grunnlag for å gjere. Med det tenkjer eg at vi kan avslutte denne debatten, og så følgjer vi med på kva som skjer dei neste dagane, for det er den

statsråden hadde høyrt etter då eg – og Arbeidarpartiet – heldt innlegget mitt, hadde han høyrt at eg nettopp poengterte at sjølvsagt skal rettssikkerheita takast vare på. Det burde ein faktisk ha klart å få med seg. gjeld akkurat dette punktet, så no håpar eg at òg statsråden har klart å få med seg kor Arbeidarpartiet står. Dette står slett ikkje i motsetnad til det eg sa om at ei regjering må følgja opp vedtak som vert gjorde i Stortinget. Representanten Oskar J. Grimstad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Så å skulde ein statsråd for å søkje eit knappast mogleg fleirtal er ein underleg påstand. Så registrerer eg til slutt at det er vondt for SV å måtte krype til korset når eit fornuftig fleirtal her i salen i dag beskriv situasjonen slik at dette må handterast på ein måte som er hensiktsmessig, som er fornuftig, som tener næringa, som tener enkeltpersonar innanfor næringa, og at det ikkje blir ei politisk sak som er skapt av SV, og som ikkje burde fått – og heldigvis heller ikkje får – ein slik ende som SV Jeg tror jeg sa i mitt tidligere innlegg at selvfølgelig skal undertegnede og regjeringen følge opp de vedtak som Stortinget gjør. Og så kommer jeg med noen tilleggsbekymringer knyttet til dette, fordi saksordføreren sa at dette skal gjennomføres raskest mulig. Da tenkte jeg: Hva er raskest mulig? Det er altså slik nå, heldigvis, at det er flere som slutter seg til at dette kanskje ikke kan gjøres raskest mulig. Det er ulike hensyn å ta, med tanke på de mange som har gjort forberedelser.

er jeg veldig fornøyd med. Jeg skal følge opp vedtaket – selvfølgelig skal jeg det. Så må jeg få lov til å kommentere det med knappe flertall. Ja, nå er situasjonen den, som også representanten Grimstad repliserte, at det er mange knappe flertall. Slik har det alltid vært i det norske stortinget. Men det er klart at det er mindre sjanse for å få til forlik og få større flertall bak sine forslag når det største opposisjonspartiet, som tidligere var et seriøst parti, lukker seg helt inne og ikke vil være med på å bidra til å skaffe flertall. Men det er også demokrati. Jeg har sittet i Stortinget i opposisjon i 18 år, så jeg vet akkurat hvordan det fungerer, og det er med rette at det er slik det gjøres av alle Men det å bli, liksom, mistenkeliggjort fordi jeg ikke vil følge opp Stortingets vedtak, vil jeg – med all respekt – ha meg frabedt, for den respekten jeg har for dette huset, er ikke bare vesentlig; den er svær. Så er vi uenige om løsningene, og jeg kan tillate meg her å si at jeg fortsatt er uenig i at denne instruksen, slik som den foreligger nå, er til skade. Den er til beste for næringsutvikling, for å skaffe til veie gode, sikre arbeidsplasser som er lønnsomme, mens den gamle instruksen og det som nå skjer når det gjelder innstramming, faktisk vil føre til det motsatte. Der er vi uenige. Framtiden vil vise. Da kan eg hermed erklære at eg kjem til å

det har regjeringa i utgangspunktet myndigheit til å gjere. Men når ein gjennomfører vedtak på ein sånn måte at det tar så lang tid at ein i praksis har undergrave det fleirtalet som er på Stortinget, som regjeringa er ueinig med: Da har ein trådd over ei grense, da held ein seg ikkje til Stortinget og det demokratiske grunnlaget ein har til å regjering. Det er det som er det springande punktet. Og det er det inntrykket fleire av oss fekk etter det første innlegget frå statsråden, at det har gått så stor prestisje i denne saka at det ikkje var snakk om å følgje opp dei vedtaka som Stortinget hadde pålagt regjeringa å gjennomføre. Alle skjønar jo at da er heile grunnlaget for det norske demokratiet borte, viss fram som ein enkelt statsråd ønskjer. Da er vi på ville vegar. Men viss vi her berre snakkar om eit par søndagar og ein normal myndigheit til å gjennomføre dette på ein skånsam måte, da meiner eg det er innanfor. Går det utover dette, da meiner eg vi har ein veldig alvorleg situasjon. Eg registrerer at når statsråden vert pressa, så vert orda større. For denne saka er

på plass. Eg meiner at statsråden må kunna ta seg den tida som trengst for å kunna sjå korleis ein skal handtera dei som har innretta seg etter den gjeldande instruksen. Men instruksen skal endrast, og det bør av omsyn til førehandsberekning skje raskast mogleg. Eg vil understreka at eg, og Senterpartiet, er heilt einig i det både Venstre og Kristeleg Folkeparti har sagt om dette, og oppfattar at deira syn òg er relatert til dei som har innretta seg etter gjeldande instruks. Det som er litt spesielt i denne saka, er at me har eit forslag der fleirtalet har sagt at ein fryktar at dette kan gje negative langsiktige konsekvensar. Det er bakgrunnen for forslaget. Så er det sånn at alle parti, utanom Høgre og Framstegspartiet, støttar forslaget. Då finn eg det veldig spesielt at statsråden, frå talarstolen, sankar ein slags innbilt verbal støtte frå Høgre og Framstegspartiet, saman med Kristeleg Folkeparti og Venstre, for eit forslag og forståinga av eit forslag som verken Høgre eller Framstegspartiet er med på. på. Det må jo vera sånn at sidan denne saka er så viktig at Høgre og Framstegspartiet stemmer imot, må dei vera ueinige, og då skal det ikkje vera dei to partia som definerer korleis denne teksten skal forståast. Så mitt råd til statsråden vil vera: Sørg raskt for at dette gjerast gjeldande for nye tilfelle. Sørg for at dei som har innretta seg etter instruksen, får fleksible

ser på

kva han ikkje

forslag nr. 6, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 5, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 7, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 8, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 9, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 10, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av

til innstillingen. Under debatten er det satt frem i alt elleve forslag. Det er forslag nr. 1, fra Else-May Botten på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 2, fra Else-May Botten på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslagene nr. 3–7 og nr. 9, fra Pål Farstad på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 10 og 11, fra Pål Farstad på vegne av Venstre forslag nr. 12, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av